permisjonstiden: Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland er til stede og vil ta sete. Fra Statsministerens kontor foreligger følgende to brev til Stortinget. Det første brevet, datert 13. august 2018, lyder: « Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. august 2018 kl. 1300 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: Statsråd Per Sandberg gis avskjed i nåde. Society and media manager Harald Tom Nesvik utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Roy Angelvik fortsetter i 50 pst. stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 13. august 2018 Det andre brevet, datert 31. august 2018, lyder: « Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. august 2018 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: Statsråd Ketil Solvik-Olsen gis avskjed i nåde. Statsråd Terje Søviknes gis avskjed i nåde. Statsråd Jon Georg Dale overtar styret av Samferdselsdepartementet. Stortingsrepresentant Bård André Hoksrud utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet. Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet. Statssekretærene Anders Bjørnsen Werp, Tommy Skjervold og Brage Baklien gis avskjed som statssekretærer for statsråd Ketil Solvik-Olsen og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Bård André Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed som statssekretær for statsråd Terje Søviknes og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet. Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet. Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Gruppeleder Anne Bramo konstitueres som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 31. august 2018 kl. 1400.» Presidenten vil foreslå at de refererte brevene vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Første vararepresentant for henholdsvis Nordland og Telemark fylker, Dagfinn Henrik Olsen og Stine Margrethe Knutsdatter Olsen , har tatt sete som representanter for den tid representantene Kjell-Børge Freiberg og Bård Hoksrud er medlemmer av regjeringen. Statsråd Kjell-Børge Freiberg vil overbringe 18 kongelige

Freiberg vil overbringe 18 kongelige proposisjoner. Det skal velges nytt varamedlem til valgkomiteen, og presidenten ber om forslag. Jeg foreslår Solveig Horne. Solveig Horne er foreslått som nytt

Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte. Da er vi kommet til avslutningen av det 162. storting – det første storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak Stortingsrepresentantene har fremmet 248 representantforslag. Det er rekord. Det er blitt levert inn 2 370 skriftlige spørsmål. Det er også rekord. Stortinget har denne sesjonen vedtatt 429 anmodninger. Også det overgår alle tidligere sesjoner. Jeg tror vi har dekning for å si at det 162. storting har vært et aktivt storting. Et annet tall som vitner om det, er de totalt 412 innstillingene som er avgitt i løpet av sesjonen. Det er et høyt antall for en første sesjon i en valgperiode. Den 8. mai i år ble Grunnloven endret da Stortinget vedtok en ny formulering om Kongens immunitet i § 5. Det ble også vedtatt noen språklige justeringer i enkelte paragrafer i Stortinget har behandlet 149 proposisjoner fra regjeringen denne sesjonen. Sentrale saker som kan nevnes, er EUs tredje energimarkedspakke, ny sikkerhetslov og ny kommunelov. Regjeringen har fremmet 19 meldinger og holdt 16 redegjørelser for Stortinget. Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 162. storting for avsluttet. Samtidig ber presidenten representantene undertegne den fremlagte